bruke 60 mill. kr på å bygge opp en ny organisasjon, og det er beløpet kun for 2015. Arbeiderpartiet mener at Statens vegvesen må kunne porteføljestyre flere prosjekter i egen prosjektorganisasjon og framlegge for regjering og storting hvilke behov som finnes med hensyn til rekkefølge og framdrift. Dette følger samme logikk som ordningen med særskilt prioriterte veiprosjekter, med egne romertallsvedtak, egne prosjektorganisasjoner og forpliktelser over flere år. I Meld. St. 26 for 2012–2013, Nasjonal transportplan 2014–2023, er det godt beskrevet hvordan en kan sikre forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring av større prosjekter. Her kan bl.a. nevnes økt bruk av totalentrepriser. Vi mener at gevinstene ved en porteføljestyring må kunne oppnås uten å etablere et nytt selskap, noe som vil splitte et fagmiljø og konkurrere om begrenset veikompetanse, ingeniører og planleggere. For det er slik at det finnes ikke flere ingeniører og planleggere selv om man oppretter et nytt selskap. Det er verdt å understreke at selv om utbyggingsselskapet for vei, Nye Veier, nå etableres fra årsskiftet, er det fremdeles store uklarheter om hvordan drift og vedlikehold skal gjennomføres, og det er videre veldig få klare svar fra regjeringspartiene på hvordan mange av selskapets oppgaver skal løses i praksis. Vi mener dette gir en økt fare for at veistrekningene nok en gang stykkes opp og blir utført mindre helhetlig. Det er en utvikling som vil bidra til å ta oss flere steg tilbake i byggingen av viktig infrastruktur her til lands. Til denne konkrete saken om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for vei er det nødvendig for Arbeiderpartiet å påpeke at saksgangen er preget av hastverk og svært korte frister, noe som har vanskeliggjort Stortingets behandling av saken. Tilsvarende kritikk ble også framhevet under behandlingen av Meld. St. 27 for 2014–2015, På rett spor – Reform av jernbanesektoren. Slike prosesser er – om jeg må få si det – uheldig. Arbeiderpartiet er kritisk til at det ikke er foretatt ordinær høringsrunde med mulighet for innspill, da saken handler om mer enn formaliteter. Denne bekymringen bekrefter faktisk samferdselsministeren selv i sitt svar til transportkomiteen 3. desember 2015, der det står: «Lovforslaget gir vid adgang til å overføre Statens vegvesens forpliktelser og rettigheter som er direkte knyttet til de konkrete prosjektene som blir overført fra Statens vegvesen til det nye utbyggingsselskapet.» Det er åpenbart for Arbeiderpartiet at dette ikke bare er formaliteter, og at lovforslaget heller ikke har åpenbare begrensninger. Det har ikke vært mulig å få framlagt en uttømmende oversikt over hvilke konkrete forpliktelser, offentlige rettigheter, konsesjoner og tillatelser som skal overføres. Dette forsterker vårt syn på behovet for en ordinær høringsrunde før lovvedtaket kan fattes. Arbeiderpartiet vil på denne bakgrunnen stemme imot hele lovforslaget i Prop.

Gjennom alle diskusjoner vi har hatt om organisering av veibygging i Norge, har vi lagt vekt på at det overordnede målet for Senterpartiet er å utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem for trafikkavviklingen, slik at den blir enklere, raskere og tryggere – til beste for innbyggerne og til beste for næringslivet. tilhengere av at veisektoren organiseres på en måte som gjør at fellesskapet får mest mulig vei for pengene, og vi er opptatt av at veisektoren – som alle andre sektorer – skal ha et effektivt gjennomføringsapparat som gir minst mulig unødvendig byråkrati. Da Senterpartiet la fram den rød-grønne regjeringens transportplan for 2014–2023, var det med en kraftig vektlegging av at Norge hadde et forbedringspotensial på dette området, og med konkrete forslag til hvordan det kunne etableres nye og smartere modeller for veibygging. Så ble det borgerlig flertall og ny regjering i 2013, og den nye regjeringen hadde sterkt behov for å markere initiativ på samferdselsfeltet – som på andre felt. kom betegnende nok først og fremst til uttrykk gjennom et voldsomt fokus på å realisere den rød-grønne transportplanen, og litt spissformulert kan man si at sittende samferdselsministers største fortjeneste er at han har gått på en god idealtid i løypenettet som Marit Arnstad har anlagt. Jeg mener ikke å være sarkastisk – jeg synes faktisk det er et forsonende trekk. Jeg har vanskeligere for å svelge regjeringens behov for å reorganisere nær sagt alle statlige sektorer – nærmest på autopilot. Vi behandler i dag forhold knyttet til et nytt veiselskap. Det høres tilforlatelig ut. Men noen ganger lurer jeg på om det hadde vært like greit om denne saken hadde hett «forslag om å splitte norsk veibygging i to». Den sittende regjering har en voldsom tro på at de kan utrette mirakler ved å kaste rundt på organisasjonskartet. Selv tror jeg at det er begrenset hva vi kan oppnå på denne måten. Som regel handler god politikk om å sikre nok ressurser til den oppgaven man vil ha løst – her som i de fleste andre sammenhenger. Før hadde vi én gjennomføringsorganisasjon i Norge – Statens vegvesen. Nå skal vi få to. Begge organisasjonene må i praksis gjøre den samme jobben, og de må i årene som kommer, konkurrere om midler fra den samme statskassa. Hvis veiselskapet «vinner» budsjettkampene, vil det være dårlig nytt for Statens vegvesen – og vice versa. Hvis man ikke er fornøyd med det som settes på bordet, er det ikke sikkert at det lureste man gjør, er å invitere en ny kokk inn på kjøkkenet for å arbeide parallelt med den man hadde der fra før. Den mer folkelige klokskapen har ordtak som passer til slike situasjoner. På toppen av det hele forelå det helt konkrete forslag til effektivisering av veibyggingen i gjeldende NTP forslag som sittende regjering valgte å legge i skuffen. Det var anvist en retning for å effektivisere veibyggingen, både ved å endre måten Stortinget styrte ressurser inn i viktige prosjekter på, ved å endre måten planleggingen og behandlingen av veiprosjekter ble gjennomført på, og ved å endre måten gjennomføringsorganisasjonen fungerte på. Den rød-grønne ordningen med «særskilt prioriterte er alt brakt inn i debatten, og jeg føler meg sikker på at vi ikke har sett det siste til den modellen. Hvor mye klokere ville det ikke ha vært å la Statens vegvesen få porteføljestyre utbyggingen, ha prosjektorganisasjoner og sikre stabil og tilstrekkelig finansiering over flere år Jeg vil til slutt bemerke at regjeringen i denne saken har lagt opp til et råkjør som vanskelig kan beskrives som «vakkert». Vi har alle forstått at det nye veiselskapet er statsrådens særskilte Jeg kan ikke forstå at det er noe ved den proposisjonen vi behandler, som ikke kunne vært lagt fram tidligere i sesjonen. Nå blir den behandlet med ekspressfart her i huset, og det er lite rom for demokratisk drøftelse der alle de som har interesser i saken, blir hørt. Jeg vil advare mot at regjeringen gjør denne typen tidspress til en vane, for jeg føler meg trygg på at det nye selskapet hadde hatt bedre mulighet til å lykkes hvis det slapp å være gjenstand for flere kontroverser. Jeg hadde strengt tatt ikke tenkt å ta ordet i denne saken. Likevel fant jeg det formålstjenlig. La meg først og fremst få takke både saksordføreren og hele komiteen for et godt samarbeid. Dette lovforslaget er behandlet raskt, og det har vært stor vilje fra alle partier til å få det på plass. Formålet med loven er å regulere overføring av rettigheter og forpliktelser i forbindelse med etablering av det nye veiselskapet Nye Veier AS. Saksordføreren har redegjort på en god måte for bakgrunnen og innholdet i lovforslaget, og det følger de samme prinsippene som ved tidligere omdanning av statlige virksomheter til egne selskaper. Jeg ser derfor ikke noen grunn til å gå nærmere inn på det i dette innlegget. Det er viktig at vi får på plass denne loven, slik at den kan tre i kraft fra 1. januar 2016, og at det nye veiselskapet kan bli operativt fra samme dato. Jeg har stor tro på at et nytt veiselskap kan tilføre bransjen og norsk veibygging nye måter å jobbe på, og både utfordre og være komplementær til Statens vegvesen. Målet må være at vi kan bygge vei raskere og mer kostnadseffektivt enn det vi har gjort så langt. Jeg er likevel noe overrasket over – uten at vi skal ha noen lang debatt om veiselskapet – at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er så bastant imot etablering av dette selskapet. Vi er alle enige om at vi bruker for lang tid på planlegging, at selve byggetida kan effektiviseres, for mye blir bygd stykkevis og delt, og at kostnadsveksten per meter vei har vært urovekkende høy. Da er det kanskje på tide å prøve ut nye måter å jobbe på. I det perspektivet er det forunderlig at ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gi selskapet Nye Veier AS en sjanse. Vi har heldigvis et stortingsflertall som har tro på at selskapet vil bidra til at mer vei blir planlagt og bygd raskere og til en gunstigere pris. gunstigere pris. Vi la grunnlaget for det gjennom behandlingen av stortingsmeldinga På rett vei tidligere i år. Nå tilfører vi penger i budsjettet for 2016 og sørger for nødvendige fullmakter gjennom dette lovforslaget. Jeg setter pris på at Stortinget i dag vedtar det lovforslaget som er

i motsetning til det Arbeiderpartiet gir inntrykk av, nemlig at når det gjelder de veistrekningene som veiselskapet skal ha ansvar for, skal en nå kunne begynne å overføre ansvaret fra Vegvesenet til veiselskapet – ikke mer, ikke mindre. Veiselskapet får ikke gjøre hva de vil med alle andre veier. Dermed er dette veldig tydelig innrammet, i motsetning til det noen har prøvd å hevde. Så er det noen som mener at dette går veldig fort. Jeg minner om at Stortinget hadde den overordnede debatten om veireformen før sommeren. da altså hatt seks måneder til å la dette fordøyes. Det kommer ingen nye momenter inn i det som regjeringen nå foreslår. Dette er bare en gjennomføring av det som Stortinget allerede har vedtatt. Hvis noen synes det er hastverk, vil jeg heller si at det minner litt om et tempo en hadde før. Dette er mer marsjfart for dagens regjering. Vi vedtar ting, og så gjennomfører vi. Vi begynner ikke å utrede det på nytt når vi har vedtatt det og vet hvor vi skal. Jeg husker godt fra da jeg selv satt i Stortinget som opposisjonspolitiker, hvor mange debatter vi hadde om at nå måtte vi bli flinkere til å bygge en vei raskere, og vi måtte kutte planleggingstiden. Hvor mange ganger har vi ikke lest i Aftenposten, i Teknisk Ukeblad, ja, i nesten alle typer tidsskrifter og aviser i dette landet, at ting tar for lang tid? En planlegger stykkevis og delt, en bygger stykkevis og delt. Det må vi endre på. er det mange måter en kan gjøre det på, men dette er måten regjeringen har foreslått. Jeg opplever ikke at opposisjonen har et eneste alternativt forslag til hvordan de ville gjort det annerledes, utover å fortsette sånn som de alltid har gjort. Men det er jo litt rart at det plutselig har blitt alternativet, når vi vet at Arbeiderpartiets folk i transportkomiteen i fjor vår var ute og sa i Aftenposten den rød-grønne regjeringen nok ble litt for forsiktig da de styrte, de utfordret ikke systemet nok, ting ble for tungrodd. Så tyr en altså til den samme politikken når en nå er i opposisjon. Det er jo nå en virkelig burde prøvd å nytenke og utfordre litt, men en velger heller det en hadde før, som en har innrømt at ikke fungerte. Det synes jeg er altfor passivt. Det hadde vært mer interessant om en hadde kommet med konstruktive forslag til hvordan en eventuelt kunne innramme det på en annen måte, utvide det, gjøre det annerledes, istedenfor bare å si nei til ethvert forslag om endring. At dette er en annen måte å jobbe på, er det ikke tvil om. Og vi ser det jo – i stort sett alle fagtidsskrifter blir denne reformen tatt imot med tommel opp, med positive forventninger, men med en forventning om at det også må gjennomføres, og ikke bare loves. At en faktisk jobber annerledes i dag, er det ikke tvil om. Det er bare å lese Stavanger Aftenblad fra for ca. halvannen måned

Og så er det noen som mener at nei, det var best før. Så peker en på hvordan en i statsbudsjettet har egen post for E6 Alta, en egen post for E16 Filefjell. Det er jo den minst fleksible måten å bygge vei på, for hvis Vegvesenet finner ut at de kunne gjort mer på dette prosjektet i løpet av året, har de altså ingen fullmakter til å omprioritere innenfor sitt eget budsjett. Da må de tilbake til Stortinget for at Stortinget skal flytte penger fra en post til en annen. Da er det heller å foretrekke at en hadde hatt en stor sekkepost for alle riksveiinvesteringer, slik at en faktisk hadde hatt fleksibilitet hos Vegvesenet. De siste grepene som den forrige regjeringen gjorde i sin såkalte endring, var jo å fjerne den fleksibiliteten på Alta-prosjektet og på Filefjell. Det vil jeg i hvert fall ikke anbefale at vi gjør mer av. Da er det bedre å sørge for at vi får én klar bestilling til veiselskapet, langsiktig finansiering og stor faglig tyngde i gjennomføringen. gjennomføringen. Så skal vi også gjøre mange av de endringene i Vegvesenet, men utfordringen her at vi ikke har flerårige budsjetter i Stortinget. Derfor har vi fått det på plass for veiselskapet gjennom en avtale, og så skal vi jobbe med Vegvesenet og forbedre dem gjennom dagens ordninger. Så her vil det skje mye, innenfor dagens Statens vegvesen og innenfor veiselskapet. Men når det gjelder det å stoppe og gjøre ingenting og synes at det har gått altfor fort, når det tross alt er seks måneder siden Stortinget gjorde forrige vedtak, klarer ikke jeg helt å henge

gå – så langt. Spørsmålet mitt er: Er ministeren fornøyd med pengebruken, og hva mer kan man forvente blir brukt for å få selskapet i ordinær drift? Jeg er veldig fornøyd med det som vi holder på med. Vi er langt fra i mål, men vi holder på å etablere en organisasjon – vi har fått på plass et styre, vi har ansatt daglig leder, vi ansetter nå lederteam rundt, og det ansettes folk mange steder. Men dette blir ikke en stor organisasjon som kommer til å koste mye penger over tid. Der tror jeg også det er viktig å understreke at når vi har snakket om hvordan vi etablerer selskapet, snakker denne regjeringen nøkternt om at vi skal ha et tosifret antall ansatte, mens rød-grønne ordførere som ønsket selskapet til seg, snakket om å få et tresifret antall ansatte. Bare det viser at dagens borgerlige flertall har et helt annet syn på hvor mange folk man trenger for å drifte en organisasjon, sammenlignet med hva rød-grønne politikere

det dette kanskje nettopp underbygger, er at man er i ferd med å få en dublering av kostnadene, som det var advart mot. Det er store kostnader for å få dette opp å gå, og det vil være store kostnader ved drift. Da lurer jeg på, for man husker vitterlig Fremskrittspartiet gikk til valg med ønske om mindre byråkrati: Er det ikke sånn at med dette forslaget får man faktisk økt byråkrati, for man får to vegselskaper som skal driftes?

Da kan de folkene jobbe med noe annet. Man skal ikke duplisere noe som helst, man skal overflytte ansvar, og da overflytter man folk og ansetter nye folk. Men man har altså ingen som sitter med samme ansvar i de to organisasjonene. Det bringer meg over på det siste spørsmålet, som kanskje også burde fått bedre plass i en eventuell høring av denne saken, som man ikke rakk å få til. Det går på de ansatte. Det statsråden sier nå, betyr at det blir flere folk igjen i Statens vegvesen som kan brukes til andre oppgaver. Så bygger en opp med flere folk i det nye selskapet, og så blir det flere folk totalt. Alternativet er å ta folk fra Vegvesenet over til det nye selskapet. Da kommer en inn på det neste spørsmålet mitt, som gjelder bekymringen hos de ansatte, som de gjentok i budsjetthøringen så sent som før jul. De var bekymret for at skulle flytte kompetansen fra Vegvesenet over til det nye selskapet. Deler ministeren denne bekymringen? Hvis det er noe vi ser i norsk økonomi i dag, er det at det er mange med mye kompetanse som dessverre går arbeidsledig. Det å tro at det kun er noen få folk som vet hvordan en skal bygge vei i dette landet, og at de må jobbe enten i Vegvesenet eller i veiselskapet, er en bekymring jeg ikke Vi skal bygge veldig mye mer vei framover, og vi skal bygge veldig mye mer jernbane. Det kommer til å jobbe flere folk i begge disse sektorene, og jeg tror faktisk det er mulig å rekruttere dem uten at vi skal være redde for at om én jobber i Vegvesenet, så er det én som ikke kan få jobb i veiselskapet. Det er mange flinke folk. Vi skal sørge for at det er arbeid til alle. Så bare minner jeg igjen om at dette er noe vi skal gjøre for å forenkle rutiner og prosesser. Vi skal samle ansvaret, vi skal få slankere organisasjoner.

Enkelte av disse vegprosjektene, f.eks. E6 sør for Trondheim, blir nå splittet opp – deler skal vegselskapet bygge, og deler skal Vegvesenet ha ansvaret for. Det vil skape store utfordringer for å få en helhetlig utbygging. For eksempel er det prosjektert med at massen fra Korporals bru i Vindalsliene skal brukes i den delen som vegselskapet har fått ansvaret for, og der oppstarten er helt i det blå. Hadde det ikke vært bedre å se hele prosjektet i sammenheng og latt vegselskapet ta hånd om hele prosjektet, slik at vi hadde sluppet disse usikkerhetene? Det er litt forunderlig å få et sånt spørsmål fra en representant fra et parti som la fram en nasjonal transportplan der denne veien var oppstykket allerede. Det er mange strekninger på E6, både sør og nord for Trondheim, det ikke var noen plan for de neste ti årene. Så sier vi at hele strekningen skal inn i dette veiselskapet, sånn at vi har ett ansvar ett sted, og så er plutselig det galt. Hva er det vi har gjort? Jo, det vi diskuterer, er Korporals bru. Så fort vi overtok regjeringsmakt, tildelte vi ekstra midler til å begynne å planlegge den veien. Det var penger som ikke lå inne etter den rød-grønne regjeringen, som vi fikk på plass. Så ser vi at den veien kan vi nå begynne å bygge raskere enn det veiselskapet er opprettet til. Vi sier at dette veiselskapet skal ikke forsinke noen og da tar vi ut akkurat den parsellen, sånn at Vegvesenet får ansvaret og sørger for framdrift, men resten av strekningen, der noe lå i NTP, men mye ikke lå i NTP, får vi under veiselskapet. Dermed har vi altså en mer helhetlig utbygging enn det som var tilfellet før, og vi får komme raskere i gang enn det de rød-grønne gjorde. Da er mitt spørsmål: Når kan vi forvente oppstart av resten av prosjektet?

om de bygger ut mye – 10 mil, 5 mil, 1 mil – hvordan de organiserer dette med tanke på OPS og lignende. Greia med veiselskapet er at der får de mange flere faglige vurderinger om hvordan en gjennomfører ting på en best mulig måte. Det som har vært inspirasjonen her, er det statlige selskapet Avinor.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

Ved at man sier nei til dette nye selskapet, sier de videre at vi ikke vil ta i bruk moderne metoder for hovedvegutbygging, at det vil bety dårligere fremkommelighet, høyere utslipp og svekket sikkerhet på vegene. Jeg mener dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet, og ministeren har nok ikke hørt etter under innlegget fra representanten Toften om hva som er vår løsning. Vi har sagt at vi har tro på å styrke Statens vegvesen og organisere det sånn at vi kan få til både bedre helhetlig planlegging og, ikke minst, utbygging av vegstrekningene i Norge. Det sa vi allerede i transportplanen vår. Vi er i gang med det på enkeltprosjekter. Vi har eksempler med vegutviklingskontraktene på Helgeland,

Jeg synes han skal ha respekt for at Stortinget skal få bruke forsvarlig tid på behandlingen, for det er ikke sånn at vi hadde denne saken til behandling i seks måneder. Jeg setter pris på ordene fra saksordføreren, at vi har strukket oss langt for å få dette behandlet før vi tar juleferie, og da synes jeg det er merkelig at statsråden står og refser oss fra talerstolen med at vi har hatt nok tid. Vi har ikke hatt nok tid. Men for oss som vil gå imot dette, er ikke det det overordnede i denne saken, vi trenger ikke mer tid.

dette skal jo nettopp ikke være en debatt om for eller imot veiselskapet – om for eller imot. Det er debatten vi hadde i fjor vår, da vi diskuterte opprettelsen av veiselskapet. Da holdt vi på lenge, og det var rett. Nå er det bare den tekniske biten vi forholder oss til – bare så vi klarer å skille sakene her. Som saksordfører føler jeg kanskje at det er viktig å poengtere litt forskjellene mellom veiselskapet og den myndigheten som de får seg tillagt og får overført fra Statens vegvesen, for det er det dreier seg Vi skal være klar over og være åpne for at det er plass til begge selskaper. Det er plass til Statens vegvesen, og det er plass til et veiselskap. Og så skal vi være klar over at staten forblir øverste eier av begge, så det er ikke snakk om at dette er en privatisering, som jeg vet noen har brukt i en debatt tidligere.

mens de aller fleste eksisterende veier i dette landet fortsatt skal være hos Statens vegvesen, de skal fortsatt behandles i NTP, osv. Så er selvfølgelig ønsket fra Fremskrittspartiet og også Høyre at vi skal kunne vurdere å se på en mer langsiktig budsjettering. Men det er jo en liten, rar tanke at i åtte år mens jeg har sittet her, hadde vi en flertallsregjering, og aldri diskuterte vi å ta nye grep, aldri diskuterte vi at vi skulle få sett på Statens vegvesens mulighet til å kunne tenke nytt – det var aldri på dagsordenen – men nå skjer det. Og jeg er veldig klar. Jeg klarte ikke la være å ta ordet i denne saken da jeg hørte argumentene fra Arbeiderpartiet. De påstår bl.a. at en vil oppnå akkurat de samme resultater med Arbeiderpartiets måte å gjennomføre ting på. argumentene fra Arbeiderpartiet. De påstår bl.a. at en vil oppnå akkurat de samme resultater med Arbeiderpartiets måte å gjennomføre ting på. Da er i så fall to ting rart. Det ene er at de var ute i Klassekampen i april i fjor og sa at vår satsing vil føre til en veibonanza, og da er det åpenbart at dette hadde de ikke lagt til grunn selv. Ellers er det halvannet år siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet ba om å få en oppdatering av Nasjonal transportplan fordi det skjedde for mye i et for raskt tempo, og de ønsket at Stortinget skulle bli involvert mer. Så det er helt opplagt at vi har større ambisjoner innenfor samferdsel enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet har. Hva er det da som er løsningen til Arbeiderpartiet? Jo, det er at vi skal øke bevilgningene, vi skal kaste mer penger etter Vegvesenet, og da skal dette gå så bra. Men erfaringen viser at i 2006 ble det bygd 10,7 km motorvei, i 2013 ble det bygd 10,6 km motorvei, og det var i en periode da bevilgningene innenfor veisektoren hadde doblet seg, under de rød-grønne. Hvorfor ble det ikke da bygd dobbelt så mye vei? Det er rett og slett fordi kostnadene har gått rett til værs. I begynnelsen av 2000-tallet kostet det 82 000 kr per løpemeter firefelts motorvei, mens det i 2014 kostet 275 000 kr per løpemeter firefelts motorvei. Det betyr, i hvert fall for min del, at det er et helt åpenbart behov for å få en ny organisering av hvordan en finansierer og bygger vei i Norge. Jeg er veldig glad for at vi nå får på plass Nye Veier AS. Jeg vil også trekke fram det budskapet som ministeren fikk fra planleggerne i Vegvesenet, som selv sier at dette er noe helt annet enn tidligere, da de bare jobbet med en og en parsell. Nå jobbes det med over 20 mil på en gang. Det viser at det allerede er blitt en forandring hos Vegvesenet, og det er grunn til å tro at kostnadene ved å organisere seg annerledes vil gå ned. Representanten Steffensen har ikke kommet seg helt etter at han kom i finanskomiteen, men det er

prioriteres utenfor transportplanen på ordinær måte. Så vidt jeg husker, sa lederen for transportkomiteen på pressekonferansen at det var det behagelige med det nye selskapet, for da behøvde en ikke tenke på innblanding fra plagsomme ordførere. Det kan stå som en tanke om hvordan en egentlig tenker det nye selskapet skal fungere. Jeg vil til saksordføreren bare si at det ikke var vi som dro opp denne debatten. Derfor lot vi denne saken gå gjennom i rekordfart i komiteen, i samråd med de øvrige partiene. Vi var også enige om på forhånd at det ikke var noen grunn til noen stor debatt her i dag. Det var ministeren som dro opp debatten her i salen. Jeg vil bare minne ham om at saken ble fremmet den 20. november. Den ble referert i Jeg vil bare minne ham om at saken ble fremmet den 20. november. Den ble referert i Stortinget den 24. november. Det er ikke mange dagene siden den ble fremmet, og den har vært gjennom en komitébehandling. Jeg synes statsråd Solvik-Olsen burde vært litt mer ydmyk og fornøyd med måten Stortinget har kjørt denne saken kjapt gjennom på. Han vet også rimelig godt at etter at vi fikk denne saken, stilte vi en del spørsmål. Det er ikke mange dagene siden vi fikk svar på de spørsmålene.

takk til Stortinget, slik at jeg gjør det uttrykkelig klart at vi er glad for at det har blitt behandlet så fort at det får det vedtaket som det får. Jeg synes også at det er veldig spennende at vi får en debatt, og hvis Arbeiderpartiet blir inspirert til å være med på den, er det også veldig flott. Men jeg minner om at de tingene som jeg pekte på i mitt innlegg, stort sett var en respons på den kritikken som Arbeiderpartiets representant først tok opp i denne debatten. debatten. En behøver ikke bli overrasket over at det da blir en ordveksling etterpå, men det er bra at Arbeiderpartiet engasjerer seg. Det som skjer, er viktig. Det er viktig at vi bevilger mer penger. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til over 60 mrd. kr i 2016. Det vitner om en satsing. Vegvesenets budsjett på riksveisiden er for første gang over 30 mrd. kr i 2016 en økning så stor at en del rød-grønne politikere mente at det var uansvarlig høy vekst på veisiden. Når noen sier at vi bare følger Nasjonal transportplan, er det litt rart. Jeg minner også de som mener at jernbanen er viktigere enn vei, om at vi faktisk måtte ha redusert årets budsjett for jernbane etter budsjettforliket med nærmere 3 mrd. kr for å komme ned på det nivået som Arbeiderpartiet hadde lagt opp til i Nasjonal transportplan.

ville hatt noen konkrete forslag, som de gjerne ikke hadde fått flertall for i regjeringen, men som de i hvert fall tok med seg i opposisjon og prøvde å ta inn gjennom Stortinget, for å påvirke organiseringen av offentlige oppgaver, som veibygging er. Vi hører altså ingenting utover at de er stolte av at de fikk E6 og E16 Filefjell som en egen post i statsbudsjettet. Men det er akkurat de to postene som har skapt litt bry, fordi Vegvesenet ikke fritt kan omprioritere pengene til de prosjektene uten å gå via Stortinget. Alt det andre er ting som Arbeiderpartiet selv har tatt opp i avisene, at det ikke var godt nok organisert mens de styrte. Men de har ikke kommet opp med noen alternative forslag. Da er det ikke rart at vi får en debatt. Det hadde vært veldig flott om vi også fikk noen forslag fra opposisjonen, sånn at vi hadde hatt noe å bryne oss mot, utover en misnøye.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

dato. Etter dagens regelverk ville denne kompensasjonen blitt regnet inn som tilskuddsgrunnlag til andre tros- og livssynssamfunn. I saken foreslås at lønnskompensasjonen til prestene ikke skal regnes med i grunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. For å få innfridd forslaget i saken må det tilføyes ny tekst i de to lovene som begge går ut på det samme, og er bestemmende for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Så langt om bakgrunnen for saken. Jeg vil også takke komiteen for at de var positive og sa ja til å behandle saken med relativt kort behandlingstid, så vi får den vedtatt og den blir gjeldende fra 1. januar 2016. Selv om komiteen er delt i denne saken, det viser både merknader og forslag i innstillingen, er det bred politisk enighet om å videreføre likebehandlingsprinsippet og dagens finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, slik dette er fastslått i Stortingets kirkeforlik. Komiteen ser også at en mulig ny reformfase etter 2017 for Den norske kirke vil kunne ha betydning for finansiering til andre tros- og livssynssamfunn. Med bakgrunn i dette fremmer en samlet komité følgende fellesforslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn, sett i lys av endringer i Den norske kirke og prinsippet om likebehandling.» Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre står bak et mindretallsforslag i innstillingen. Et annet mindretall har et annet forslag, som jeg antar at de ivaretar i egne innlegg. I tillegg står en samlet komité bak forslaget til vedtak som jeg siterte. Jeg fremmer herved forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i innstillingen. Med dette anser jeg meg ferdig med å kommentere som saksordfører og går over til partipolitikk. Fremskrittspartiet er glad for at boplikt for prestene er opphørt. Vi mener at boplikten har gått ut på dato for mange år siden. Så vil jeg være helt klar og tydelig på at Fremskrittspartiet står fast på den enigheten som ligger i det vedtatte kirkeforliket. I forbindelse med at den lovpålagte boplikten som prestene hadde, Så vil jeg være helt klar og tydelig på at Fremskrittspartiet står fast på den enigheten som ligger i det vedtatte kirkeforliket. I forbindelse med at den lovpålagte boplikten som prestene hadde, ble opphevet, ble det som sagt inngått en avtale om kompensasjon til prestene. Det har sammenheng med at staten er prestenes arbeidsgiver, og kompensasjonen er et resultat av forhandlinger mellom departementet og prestenes tjenestemannsorganisasjoner. I tillegg kommer kompensasjonen til den enkelte prest som en Fremskrittspartiet ser at verken prestene eller Den norske kirke får styrket sin økonomiske stilling på grunn av kompensasjonen til prestene. Fremskrittspartiet kan heller ikke se at dette er et tiltak som vil styrke den religiøse aktiviteten i Den norske kirke. Med bakgrunn i disse forholdene og at det er en tydelig avgrensing i proposisjonen som viser at det kun er dette punktet forslaget dreier seg om,

Derfor er det viktig for Fremskrittspartiet at regjeringens politikk sikrer retten til fri religionsutøvelse og likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Det mener vi denne innstillingen bidrar til. Representanten

belyst, at Stortinget derfor har et for dårlig beslutningsgrunnlag, og at lovendringen kan være i strid med Grunnloven og menneskerettighetene. Derfor mener Arbeiderpartiet det er uheldig at det ikke ble avholdt åpen høring i saken. Når Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skriver at «det var en samlet komité som selv vedtok en rask behandling av saken og ga mulighet for skriftlige høringsinnspill fra berørte parter», var det med bakgrunn i at komiteen ble forespeilet at dette var en ganske enkel Det medførte ikke riktighet. Flere i komiteen forsøkte å få saken utsatt for å sikre en bedre gjennomgang. Det gikk ikke. Derfor vil vi i dag stemme imot forslaget til lovendring, og sammen med Senterpartiet og SV fremmer vi et forslag hvor vi ber regjeringa komme tilbake med en grundig gjennomgang av saken med særlig henblikk på prinsippet om likebehandling, og forslaget er herved fremmet.

når alle som har uttalt seg, med unntak av departementet, mener dette er en reell problemstilling. Det må være lov å stille spørsmål om om hvorfor ikke dette forslaget ble sendt på høring til sentrale instanser som er satt til å ivareta menneskerettigheter og likebehandling, som f.eks. Senter for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Regjeringa tar en sammenligning med Island til inntekt for sitt syn. Høringssvarene som er sendt komiteen, konkluderer med at sammenligningen er lite reell, fordi Island ikke har likebehandlingsprinsippet klart nedfelt i grunnloven, og de har ikke den samme historien når det gjelder likebehandling av tro og livssyn. Vi tar ikke stilling til om likebehandlingsprinsippet undergraves, men det er med undring vi registrerer at etter 20 års organisert dialogarbeid for likestilling av tros- og livssynssamfunn, involveres ikke de berørte på en god måte i saken. De mener selv at departementet legger til side de prinsippene det har vært enighet om, og at det forsurer forholdet til minoritetene. I dagens situasjon finner de dette spesielt uheldig, noe vi er enig med dem i. Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser for trossamfunn, begrunner departementet forslaget med at det ville være urimelig at kompensasjonen for avvikling av boplikt skulle tas inn i beregningsgrunnlaget i tråd med gjeldende finansieringsordning. Presteforeningen mener det motsatte og begrunner det med at lønnsmidler til presteskapet i dag inngår i det gjeldende beregningsgrunnlaget. Det gjør også nettobidraget fra Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke, inklusiv fondets nettobidrag til tjenesteboligordningen. Et annet element: Departementet skriver at virkningen er økonomisk nøytral samlet sett. Kirkerådet er ikke enig og skriver at forslaget fra departementet blir vanskelig å forstå fordi departementet tidligere har «utvidet beregningsgrunnlaget for andre tros- og livssynssamfunn ved å ta med et beregnet nettobidrag fra Opplysningsvesenets fond», som også Presteforeningen påpeker. Kirkerådet skriver videre: Selv om endringen anses som økonomisk nøytral for Den norske kirke, vil den ikke være det for de øvrige tros- og livssynssamfunn. De mener at det innenfor gjeldende finansieringsordning er større grad av likebehandling enn det regjeringa nå legger opp til ved å endre loven. Departementet selv har skrevet: «Departementet har vurdert det slik at de aktuelle lovene og den mangeårige praktiseringen av lovene ikke gir adgang til å holde denne delen av statens budsjetterte utgifter til Den norske kirke utenfor tilskuddsgrunnlaget for andre tros- og livssynssamfunn. Det må i tilfelle en lovendring til.» Spørsmål om alt dette har blitt stilt underveis ved behandlingen av saken. Vi kan ikke se at vi har fått klare svar, selv om Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre framstiller det slik i sine merknader. Det er bra at en enstemmig komité fremmer forslag om en grundig gjennomgang av lovendringsforslaget med særlig henblikk på likebehandlingsprinsippet. Men det kan ikke forstås på noen annen måte enn at komiteen mener at departementet ikke i tilstrekkelig grad har gjort rede for at forslaget til endring blir økonomisk nøytralt for Den norske kirke og andre trossamfunn samlet sett. Representanten

2015. Som følge av den endringen i arbeidsvilkårene for prestene har prestene fått lønnskompensasjon fra samme tidspunkt etter avtale mellom departementet og tjenestemannsorganisasjonene. Den budsjettmessige konsekvensen av dette er på 77 mill. kr for 2016. Kompensasjonen gis direkte til prestene. Og som ansatte statstjenestemenn står prestene i Den norske kirke i en særstilling. Prestenes ansettelsesforhold skiller seg fra ansettelsesforhold i andre tros- og livssynssamfunn. Vi har lagt til grunn at kompensasjonen som ble gitt i forbindelse med opphevelsen av boplikten, ikke er et tilskudd til drift og aktiviteter i Den norske kirke, men en kompensasjon til den enkelte prest. Det er bakgrunnen for at departementet nå foreslår at bevilgningen ikke skal inngå som en del av beregningsgrunnlaget for statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Denne bevilgningen representerer ikke en økonomisk gevinst for Kirken. Under komitébehandlingen av saken har hele komiteen vært opptatt av prinsippet om likebehandling, som er nedfelt i Grunnloven § 16. Norge har, som det er referert til, gjennom internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å praktisere økonomisk likebehandling av ulike trossamfunn. Dette er også slått fast i Stortingets kirkeforlik. Videre gjør jeg oppmerksom på at det er en enstemmig stortingskomité som ber regjeringa komme tilbake til Stortinget med forslag til et nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn, sett i lys av de endringer som Den norske kirke nå gjennomgår, og prinsippet om likebehandling. Dette ser alle partiene ut til å være enige om at det er behov for. Det har i denne saken vært reist i hovedsak tre innvendinger: Den ene har vært knyttet til spørsmålet om de økonomiske sidene av sakene er godt nok utredet, og om saken skaper presedens. Den andre har vært knyttet til om lovendringen kan være i strid med Grunnloven. Den tredje har vært knyttet til tidsaspektet, da en del av komiteens medlemmer i ettertid har pekt på at det burde vært bedre tid i prosessen, slik vi også hørte fra Arbeiderpartiets representant. Når det gjelder de økonomiske sidene av saken, viser jeg til proposisjonen, der blir slått fast følgende: «Departementet går ut frå at avviklinga av tenestebustad- og bupliktordninga for prestane vil føre med seg at utgiftene til prestebustadene på sikt vil gå ned, fordi talet på tenestebustader går ned. Reknegrunnlaget for statstilskottet til andre trudoms- og livssynssamfunn vil endre seg tilsvarande. Dersom reduksjonen av fondet sine utgifter til prestebustadene kan gi rom for auke i tilskott frå fondet til andre kyrkjelege formål, noko som er målet, vil auken på vanleg måte verta rekna med i tilskottsgrunnlaget til andre trudoms- og livssynssamfunn.» Her tydeliggjøres konsekvens og intensjon for framtidige tilskudd til både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Når det gjelder det rettslige spørsmålet om lovendringen, legger vi i Høyres stortingsgruppe vekt på at det er særskilt vurdert av Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og at Kulturdepartementet da har lagt til grunn at lovforslaget ikke er i strid med verken internasjonale konvensjoner eller Grunnloven. Til slutt vil jeg bare minne om at når det gjelder tidsaspektet i saken, er det slik at hele komiteen var oppmerksom på den korte behandlingstida da saken kom til Stortinget. Men komiteen ga også sin tilslutning til at saken skulle behandles før jul. Komiteen var også enig i at innhenting av skriftlige høringsinnspill var en grei framgangsmåte. Vi er

gjennom internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg på, og ikke minst i Grunnloven. Prinsippet om likebehandling av trossamfunn er et bærende element i tros- og livssynspolitikken. Jeg er glad for at dette er noe alle partier i komiteen tydelig understreker i behandlingen av denne saken. Men nå foreslår regjeringen å gjøre endringer i loven som berører hvordan vi forholder oss til prinsippet om likebehandling. Forslaget går ut på å vedta lovendringer som gjør at den kompensasjonen prestene i Den norske kirke mottar som følge av oppheving av boplikten, kan holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget til andre trossamfunn. Tilbakemeldingen fra høringsinstansene har vært krystallklar. Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Human-Etisk Forbund og ulike organisasjoner tilknyttet Den norske kirke står skulder ved skulder. De viser til prinsippet om likebehandling og advarer Stortinget mot å vedta de lovendringene regjeringen nå foreslår. Regjeringen peker på at kompensasjonen til prestene ikke innebærer en direkte styrking av virksomheten eller økonomien i Den norske kirke, men det framstår som uklart hvorvidt dette på sikt vil ha betydning for likebehandlingen eller ikke. Jeg mener vi trenger en grunnleggende debatt om hvordan vi forholder oss til prinsippet om likebehandling. Dette er nødvendig, ikke minst fordi Kirken er midt inne i en omfattende omstillingsprosess som følge av kirkeforliket i Stortinget. Alt tyder på at Kirken vil bli et selvstendig rettssubjekt i 2017, den skal bli en mer selvstendig kirke med løsere bånd til staten og et trossamfunn mer på linje med andre trossamfunn. Men til tross for det vil Den norske kirke fremdeles ha en spesiell plass i samfunnet vårt. Den har også en spesiell forankring i Grunnloven. Den norske kirke skal være Norges folkekirke, og den er tillagt enkelte oppgaver og forpliktelser som andre trossamfunn ikke er berørt av. Dette skaper behov for en grunnleggende prinsipiell debatt. Jeg synes det er uheldig at Kulturdepartementet kommer til Stortinget med en hastesak for å gjennomføre lovendringer som følge av bopliktsaken med behov for snarlig behandling, fordi regjeringen har lagt lovendringen til grunn for tilskudd i statsbudsjettet for 2016. Opphevingen av prestenes boplikt framstår som en parentes i den store sammenhengen, men Stortingets vedtak i denne saken kan skape presedens for senere saker og også legge føringer for hvordan oppgjøret mellom stat og kirke skal håndteres. Kristelig Folkeparti ønsker en grundig gjennomgang av finansieringssystemet og en prinsipiell debatt om hvordan kapital og driftsmidler til det nye rettssubjektet Den norske kirke skal ses i sammenheng med tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. livssynssamfunn. Jeg er glad for at en samlet komité nå ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. Kristelig Folkeparti holder prinsippet om likebehandling høyt, og vi kommer ikke til å stemme for regjeringens forslag til lovendring. Dermed ser vi fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en ny sak med en mer grunnleggende gjennomgang av finansieringssystemet, slik at vi kan få diskutert dette på en grundigere og mer inngående måte.

Men etter hvert som vi gikk nærmere inn i saken, ble den mer innfløkt og mer uoversiktlig. Det springende punktet er om denne lovendringen vil forskjellsbehandle Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn når det gjelder statlige tilskudd. At regjeringa mener det er nødvendig å endre loven for å kunne holde kompensasjonen utenfor beregningsgrunnlaget for støtte til andre tros- og livssynssamfunn, viser i utgangspunktet at saken ikke er helt uproblematisk. Jeg tar til etterretning at regjeringa har fått utredet og konkludert med at de rettslige spørsmålene ikke er i konflikt med internasjonale konvensjoner, som Den europeiske menneskerettskonvensjon eller Grunnloven § 16, som viser til økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Når vi i Senterpartiet går imot dette forslaget, er det fordi vi gjennom spørsmål i prosessen ikke har fått tilfredsstillende svar fra departementet om at denne ordningen vil være økonomisk

I dag er det slik at den regnskapsførte verdien av ordningen i Opplysningsvesenets fond for 2014 var 54,3 mill. kr. Dette beløpet har til nå inngått i beregningsgrunnlaget. Med bortfall av ordningen må vi også regne med at disse millionene går ut av beregningsgrunnlaget. Provenyet av prestenes kompensasjon vil være 77 mill. i Problemet er at de 54,3 mill. i 2014-kroner som i dag er verdien av bopliktordningen som inngår i beregningsgrunnlaget, trolig ikke blir nullet ut og erstattet av lønnskompensasjonen. OVF vil i mange år framover ha ansvar for boliger for de prestene som fortsatt vil bo i presteboliger. Regjeringen sier i proposisjonen: «Dersom reduksjonen av fondet sine utgifter til prestebustadene kan gi rom for auke i tilskottet frå fondet til andre kyrkjelege formål, noko som er målet, vil auken på vanleg måte verta rekna med i tilskottsgrunnlaget». Det er veldig fint, men vi vet altså ikke hvordan dette blir. Dersom Stortinget nå vedtar at kompensasjonen til prestene skal holdes utenom beregningsgrunnlaget for andre, vil andre tros- og livssynssamfunn i realiteten kunne få redusert sine tilskudd. Spørsmålet er derfor ikke om endringen i loven vil være økonomisk nøytral for prestene, men om den vil være økonomisk nøytral for staten, inkludert OVF og andre tros- og livssynssamfunn. Vi mener at dette spørsmålet ikke er godt nok besvart til at Senterpartiet kan stemme for lovforslaget. Vi mener regjeringa burde ha hatt en gjennomgang av hele finansieringssystemet først, og deretter gjort endringer i tråd med Stortingets vilje. vilje. Når det er sagt, er jeg glad for at en enstemmig komité har blitt med på å gå inn for å be om at vi får en slik sak til Stortinget. Senterpartiet støtter at prestene får kompensert for bortfallet av prestebolig, men vi kan ikke godta at departementet ikke kan garantere eller sannsynliggjøre i større grad hva som skjer med beregningsgrunnlaget, ettersom OVFs bidrag er en del av dette. Tro er ikke godt nok for oss i denne sammenhengen. Jeg synes vi skal merke oss, som andre har vært inne på, at alle høringsinstanser, inkludert organer og organisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, går kraftig imot denne lovendringen og mener den vil være i strid med Grunnloven § 16, om likebehandling. Jeg må derfor tilføye at jeg synes det er oppsiktsvekkende at regjeringa ikke har tatt høyde for at lovforslaget ville møte motstand i Stortinget uten at de på forhånd hadde varslet om saken. Regjeringa har ikke tatt høyde for at forslaget kunne bli nedstemt. At det da ville være en manko på ca. 12 mill. kr i regjeringas budsjett, gjør ikke meg noe urolig, men det bør gjøre regjeringa og Venstre veldig urolig. Jeg mener det er uforstandig av regjeringa, og det legger et utilbørlig press på Stortinget for å presse gjennom loven. Jeg håper denne måten å operere på overfor Stortinget endres framover i lys av de store oppgavene vi kommer til å ha i forbindelse med reformeringen av Den norske kirkes forhold til staten.
Neste taler er Dag Terje

for me veit at det kjem mange utfordrande debattar framover når arbeidsgjevaransvaret for prestane og dei andre statstilsette i Den norske kyrkja skal overførast. Det gjeld t.d. både pensjonsforpliktingar og tilhøvet til Opplysningsvesenets fond. Venstre meiner det var fornuftig av regjeringa å avvikla tenestebustad- og bupliktordninga for prestane. er det òg heilt rimeleg at bortfallet av denne ordninga vert lønsmessig kompensert som eit resultat av forhandlingar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar. For Venstre har det vore avgjerande at denne lønskompensasjonen er ei løyving til prestane som arbeidstakarar, og ikkje til Den norske kyrkja. Det er ikkje ei løyving som medfører rom for auka religiøs aktivitet i og Venstre har lagt vekt på at løyvinga ikkje representerer nokon økonomisk vinst for prestane eller Den norske kyrkja. Verknadene er økonomisk nøytrale samla sett, som regjeringa understrekar. Lovforslaget har motteke ein god del kritikk frå trus- og livssynssamfunna i høyringsrunden. Dette har m.a. handla om at når tenestebustad- og bupliktordninga vert avvikla, kan ein konsekvens Dette har m.a. handla om at når tenestebustad- og bupliktordninga vert avvikla, kan ein konsekvens verta at tilskotet til andre trus- og livssynsorganisasjonar går ned, ettersom tenestebustadene venteleg vert færre, og utgiftene til desse vert ein del av tenestegrunnlaget. Men her er det grunn til å understreka at når tenestebustadutgiftene til OVF går ned, er det uttalte målet at fondet aukar tilskotet til andre kyrkjelege føremål, slik at tilskotsgrunnlaget vert Det er alvorleg når lovforslaget vert skulda for å vera i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon og andre menneskerettskonvensjonar som Noreg er forplikta på. Det er like alvorleg når det vert skulda for å vera i strid med Grunnloven. Venstre tek slike påstandar på alvor. Det er det òg inntrykket vårt at regjeringa har gjort. Slik me ser det, og slik denne saka er lagd fram, er det liten grunn til å trekkja i tvil dei vurderingane som Lovavdelinga i Justisdepartementet har gjort etter høyringsrunden, der det vert konkludert med at verken Grunnloven eller menneskerettskonvensjonane vert brotne med dette vedtaket. Det ligg òg til grunn for røystegjevinga til Venstre i denne saka. Det verken er eller var Venstre si forståing av grunnlovsreglane at det skal liggja ein automatikk i at dei endringane som Den norske kyrkja må gjennom, skal medføra vesentlege og varige aukar i statlege løyvingar til trus- og livssynssamfunn generelt. Ikkje desto mindre synleggjer denne saka at det framleis er usemje om korleis staten skal møta mangfaldet av trus- og livssynssamfunn i Noreg. Dette vart teke opp i Stålsett-utvalet, som leverte rapporten sin i januar 2013, men etter høyringsrunden har me høyrt lite om korleis dette skal fylgjast opp. Eg er derfor glad for at fire eminente representantar frå Venstre tidlegare i dag har levert inn eit representantforslag om ein heilskapleg trus- og livssynspolitikk der ein ber om ei stortingsmelding om dette Eg viser òg til at komiteen i innstillinga til saka me no debatterer, samrøystes føreslår eit vedtak der regjeringa vert beden om å koma tilbake til Stortinget med eit forslag til nytt finansieringssystem for trus- og livssynssamfunn. Eg meiner det er fornuftig å sjå desse sakene i samanheng. Midt i ei budsjettid der vi forhandlar om vesentleg større summar enn dette, stansar Stortinget opp ved denne saka med ei mindre løyving og

noko som også har blitt påpeika av alle dei ulike aktørane som har vore i høyringa. Alle i høyringsrunden har stilt seg kritiske til dette. Ein har ikkje kontakta autoriteten på området menneskerettar i Noreg – ein har berre heldt seg til Lovavdelinga i dette spørsmålet. Det er ei stor svakheit. Lovavdelinga har berre vist til forhold i land der ein ikkje har tatt innover seg det vesentlege poenget med å vurdere menneskerettar, lokale forhold. Her er det veldig med å vurdere menneskerettar, lokale forhold. Her er det veldig mange utfordringar. Denne saka illustrerer at vi har store problem med heile finansieringssystemet. I korte trekk tar finansieringssystemet utgangspunkt i den livssynsfridomen som alle menneske har ifølgje norsk grunnlov og menneskerettane. Det betyr at ingen trusretningar skal diskriminerast, alle skal behandlast likt. likt. Det betyr at ein skal likebehandlast også finansielt. I Noreg får Den norske kyrkja pengar over statsbudsjettet. Ein reknar dette om til medlemer, og så får trus- og livssynssamfunna om lag like mykje per medlem som Den norske kyrkja får per medlem – «so far so good». Så kjem problemet på andre område. Feiloppføringar i medlemsregisteret til Den norske får ingen konsekvensar for deira inntekter, men det får konsekvensar for økonomien til dei ulike livssyns- og trussamfunna. Dei blir trekte på grunn av dobbel oppføring. Den norske kyrkja treng ikkje personnummer i sitt medlemsregister – det treng dei andre trussamfunna. Nedgang i medlemstal for Den norske kyrkja får ingen konsekvensar for Den norske kyrkja, men det får store konsekvensar for Det er også ei generell, stor utfordring å få sjekka at dei som står i registret til Den norske kyrkja, faktisk er kristne, at dei faktisk veit at dei er oppførte der. Eg har sjølv meldt meg ut av Kyrkja to gonger, og eg er usikker på om eg framleis står der. Så kjem denne saka om buplikt, som ein kanskje kan si har vore ein skjult fordel i Den norske kyrkja, og som ikkje har vore ein del av berekningsgrunnlaget. Altså buplikta og dei fordelane ein hadde med ho, var ikkje ein del av berekningsgrunnlaget i utgangspunktet. Men når ein får ein kompensasjon og ein får talfesta dette, blir det ein del av løyvinga til Den norske kyrkja, og om ein skal halde dette utanfor det grunnlaget når ein skal berekne støtte til dei ulike samfunna, er det openbert urimeleg. Da kan ein jo tenkje seg at dette vil skape presedens. I høyringsutkastet låg det faktisk ei føring om at det skulle

vi veit faktisk ikkje i dag om vi har eit system som behandlar alle likt. Det synest eg denne saka illustrerer, og SV kjem til å gå imot forslaget. Vi er veldig glade for at heile komiteen ønskjer å ha ein skikkeleg gjennomgang av systemet. Dette vil eg anta at regjeringa også er einig i. Fra 1. september i år er

Og nå er altså systemet avviklet, og prestene må, som andre arbeidstakere, selv ta ansvar for sin boligsituasjon. I vår tid må vi bruke andre virkemidler enn boplikten, mener jeg, for å sørge for en landsdekkende prestetjeneste. Jeg er overbevist om at endringene er til gunst også for Jeg synes det er naturlig og nevner dette som en innledning, selv om spørsmålet som debatteres, ikke egentlig handler om avvikling av boplikten, som mange har påpekt, men om andre tros- og livssynssamfunn skal kompenseres fordi prestene har fått denne kompensasjonen. Komiteen er delt i spørsmålet. Flertallet er ikke overbevist om at departementets forslag er holdbart, og de ønsker en grundigere vurdering i lys av likebehandlingsprinsippet. I proposisjonen som er lagt fram, er det vist til en omfattende redegjørelse fra Lovavdelingen i Justisdepartementet. Etter Lovavdelingens syn innebærer verken internasjonale konvensjoner eller Grunnloven § 16 at det i dette tilfellet – og jeg understreker i dette tilfellet – foreligger noen plikt for staten til å kompensere andre tros- og livssynssamfunn. Lovavdelingen viser i sin begrunnelse til at Den norske kirke gjennom lovgivningen har en særstilling, at prestene er statlige arbeidstakere, og at den lønnskompensasjon som prestene har fått, er forhandlet fram mellom staten og prestenes tjenestemannsorganisasjoner. Lovavdelingens grundige vurdering er tatt inn i proposisjonen i sin helhet. Jeg synes det er vanskelig å forstå

i et pluralistisk samfunn. Det er når vi skal konkretisere dette prinsippet, at problemstillingen og en eventuell politisk uenighet kommer til syne. Det er et faktum at Den norske kirke står i en særstilling etter Grunnloven. Det er også sånn at staten har stilt krav til Den norske kirke som andre tros- og livssynssamfunn ikke er berørt av. Hele komiteen understreker at Den norske kirke historisk og kulturelt står i en særstilling.

I alle saker på tros- og livssynsområdet vil likebehandlingsprinsippet være det førende prinsippet. I denne konkrete saken er det min mening at likebehandlingsprinsippet ikke tilsier kompensasjon til tros- og livssynssamfunnene. Det er Den norske kirkes særstilling og prestenes stilling som arbeidstakere i staten som begrunner et slikt syn. Men fordi dagens lovgivning ikke åpner for en slik forståelse, måtte vi foreslå en lovendring. Jeg mener det kan være grunn til å reise spørsmålet om dagens lovgivning på hele feltet svarer godt nok på hvordan likebehandlingsprinsippet skal anvendes i vår tid. Dagens lovgivning ble til i en annen tid. Jeg tror veien videre i disse spørsmålene er å se finansieringssystemet for tros- og livssynssamfunnene i en helhetlig sammenheng. Vi må se på nye forslag til finansieringssystemer i lys av både likebehandlingsprinsippet og Den norske kirkes særstilling. Jeg vil om kort tid legge fram lovforslag for Stortinget som etablerer Den norske kirke Jeg vil om kort tid legge fram lovforslag for Stortinget som etablerer Den norske kirke som en rettslig selvstendig størrelse utenfor staten. Finansieringsordningene for Den norske kirke vil ikke bli endret av denne lovreformen. Finansieringsordningene er planlagt tatt opp under arbeidet med den påfølgende kirkereformen som vi sikter mot, der lovgivningen for Den norske kirke skal ha en rammekarakter. Den norske kirke vil da bli ytterligere noe som etter mitt syn krever endringer i dagens finansieringsordning for Kirken. Da vil alle spørsmål som gjelder finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, bli sett i en sammenheng. Det blir replikkordskifte. Statsråden må ha kjent til

lovforslag. Jeg hører hva en del av opposisjonen i Stortinget sier, at man føler man har hatt for lite tid. Jeg er usikker på om det er tidsperspektivet, at man føler at man ikke har hatt nok tid til å vurdere det, eller om man faktisk er uenig i problemstillingen, som er grunnlaget for at man sier det. Jeg hører også det som blir sagt fra noen av innlederne, at komiteen sa at man var villig til å behandle dette. Det var grunnlaget for at vi fremmet det. Uenigheten og det kontroversielle her er på grunn av alle høringsinstanser som har uttalt seg, med unntak av departementet, og det det. Uenigheten og det kontroversielle her er på grunn av alle høringsinstanser som har uttalt seg, med unntak av departementet, og det er det som gjør saken så spesiell. Både Human-Etisk Forbund, Kirkerådet og Presteforeningen er enige om at lovendringen er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene med tanke på likebehandlingsprinsippet, som vi har snakket om tidligere. Det har man visst hele veien. Hvorfor har man ikke hatt en tettere dialog, og ville det ikke vært naturlig i en slik type sak å be f.eks. Norsk senter for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet om en vurdering av denne saken? Jeg har også merket meg at mange i høringssvarene som kom, mente at dette kunne være i strid med både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Derfor innhentet vi en uttalelse fra Lovavdelingen, og Lovavdelingen kom til at vi i denne saken – jeg sier igjen: i denne saken – ikke brøt med likebehandlingsprinsippet. likebehandlingsprinsippet. Lovavdelingen viser til at Den norske kirke har en særlig stilling etter Grunnloven, og at prestene er ansatt i staten. Forhandlingene om kompensasjon gjaldt de arbeidsvilkårene som prestene har som statstjenestemenn. Jeg viser for øvrig til Lovavdelingens vurdering av spørsmålet, som er gjengitt i

Da lurer jeg på om statsråd Widvey fortsatt mener at det er en rimelig saksbehandlingstid Stortinget har fått – når det er snakk om ca. en måneds

Det betyr også reduserte tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Staten har naturlig nok kompensert dette gjennom en lønnskompensasjon til prestene, men denne kompensasjonen vil altså ikke andre trossamfunn nyte godt av. Selv om dette kanskje blir et nullsumspill for Den norske kirke, ser det ikke ut til å bli et nullsumspill for de andre trossamfunnene på sikt. Kan statsråden garantere at de foreslåtte lovendringene ikke vil innebære et regnestykke der de andre tros- og livssynssamfunnene på sikt vil gå i minus? Hvis vi ser på forslaget til lovendring som foreligger, står det eksplisitt at dette er «som ei følgje av at tenestebustad- og bupliktordninga for prestane i Den norske kyrkja har falle bort», og at dette «skal ikkje reknast med etter første leddet». Som jeg også sa i mitt innlegg: Dette gjelder veldig, veldig tydelig denne ene saken. Da dette ble sendt på høring, sendte vi også med lignende tilfeller. Det har jeg altså ikke fremmet forslag om, fordi det skapte en uklarhet om hvorvidt det også var på et generelt grunnlag. Derfor gjelder dette boplikten. Hvis det er slik som representanten nevner når det gjelder Opplysningsvesenets fond, OVF,

Stålsett-utvalget hadde som formål å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag i tilknytning til dette. De kom også med forslag til ordninger for ulike typer tilskudd, og de la fram sin innstilling i januar 2013. Det er også en liten hilsen til det representantforslaget fra Venstre som ble lagt fram i dag. Slik jeg ser det, har det vært veldig god tid til å forberede en god sak for Stortinget

trossamfunn. Det er en mye større sak, som krever en omfattende høring før den legges fram for Stortinget. Dette tilfellet gjelder kun boplikten, og jeg mener at det er grunnlag for at det blir behandlet i dag. Dette gjeld jo opphevinga av buplikta og kompensasjonen og overføringa som det medførte. Det er éin ting. Så Dette gjeld jo opphevinga av buplikta og kompensasjonen og overføringa som det medførte. Det er éin ting. Så kan ein tenkje seg at det kjem fleire ting framover i tid. La oss da berre ta eit spørsmål knytt til det: Pensjonsforpliktingane, når den tid kjem, vil det vere ein del av berekningsgrunnlaget eller ikkje? Etter de endringene vi gjør i loven i dag, kan en ikke ta som en naturlig konsekvens at pensjonsforpliktelsene skal tas ut av beregningsgrunnlaget. Den lovendringen vi gjør i dag, gjelder kun boplikten og den kompensasjonen som er gitt. Så sa jeg at vi vil komme tilbake igjen til Stortinget med forslag. Blant annet må det jo i forbindelse med budsjettet for 2017 tas med både pensjonsforpliktelser og en eventuell egenkapital som skal overføres til Kirken når Kirken blir et eget rettssubjekt. Det vil det være grunnlag for å ha en diskusjon om

det er så stor usikkerhet, skulle jeg ønske vi kunne få noen klare svar fra statsråden i løpet av denne debatten, men jeg opplevde nok at jeg ikke fikk det klare svaret jeg ønsket meg på mitt spørsmål i replikkrunden. Det er greit nok at denne saken kun gjelder kompensasjon i forbindelse med oppheving av boplikt, og ikke andre saker enn akkurat det. Det er også greit at netto bidrag fra OVF fremdeles skal regnes inn i tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn, når dette bidraget etter hvert kan brukes til andre ting

deler av tilskuddet som gis over statsbudsjettet, vil jo beregningsgrunnlaget samlet sett bli redusert. Jeg kan ikke forstå det på andre måter enn som så. Mitt spørsmål til statsråden i replikkrunden var om hun kunne garantere at dette ikke innebærer et regnestykke som på sikt vil gå i minus for andre tros- og livssynssamfunn.

Jeg vil igjen gjenta at prestene altså har vært statsansatte og skal fra 1. januar 2017 i sin helhet – 1 600 ansatte som i dag lønnes av staten – overføres til et eget rettssubjekt. Vi kommer i løpet av januar/februar til Stortinget med et forslag om en endring i loven, bl.a. slik at Kirken får anledning til med et forslag om en endring i loven, bl.a. slik at Kirken får anledning til å opprette et eget rettssubjekt som kan være arbeidsgiver og har anledning til å kunne følge opp disse sakene. Når det gjelder spørsmålet om hvordan man i framtiden skal se på hele finansieringsordningen: Fra 1. januar 2017 vil det bli en rammefinansiering som, når Stortinget vedtar den, overføres til Den norske kirke. kirke. Så vil det i framtiden bli behov for å se på finansieringssystemet som helhet. Det har også en samlet komité bedt oss om å gjøre. Det vil det være behov for å gjøre. Noen av de spørsmålene vil kanskje bli berørt i neste reformfase, som kommer litt senere, i god tid etter 2017. Jeg gjentar igjen at det er mange spørsmål som fremdeles trenger å bli avklart. Blant annet er det flere av representantene som har gitt uttrykk for at det kan være behov for også å

om endringer. Det er også sånn at et livssynssamfunn i dag f.eks. har et krav om 500 medlemmer for å kunne få offentlig støtte, mens det per dags dato ikke er noen krav til antall medlemmer i trossamfunn for å få offentlig støtte. Det er noen av tingene som bl.a. Stålsett-utvalget tok opp. Det er også andre ting som tok opp i sin innstilling, som det da vil være naturlig å fremme i en sånn

Høyre kan selvfølgelig mene det og ha programfestet eget rettssubjekt. Andre partier kan også det. Men at en statsråd sier at det er sånn det skal være om ett år, uten at det er lagt fram som en sak og uten at alle partier har flagget sitt standpunkt, det må jeg si at jeg reagerer på, og det har jeg behov for å si fra denne talerstolen. Som jeg har sagt i de fleste innleggene jeg har hatt, er

bl.a. ett av spørsmålene som blir vurdert, og som vi kommer til å fremme forslag om. Det har vært ute på en bred høring, og det har hatt bred oppslutning, ikke minst fra alle kirkelige instanser. At det bør gjøres sånn, vil bli fremmet gjennom et lovforslag som kommer til Stortinget i januar/februar, som jeg har sagt, og da får Stortinget og alle partiene rikelig anledning til å si sin mening om det. Men det er det som er vårt forslag. Det har vært ute på en bred høring, og er en oppfølging av kirkeforliket – et endelig skille mellom stat og kirke. Så Stortinget skal få høre. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Sakene nr. 9–20 gjelder andre gangs behandling av lovsaker. Presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene. at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene. Stortinget er da klar til å gå til votering.

Andersen

Jeg oppfordrer derfor til å

Jeg tror ikke jeg

satt

det er ikke det

president, jeg setter veldig pris på

sier at de

og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.